Presidenten vil komme tilbake til minnetalen, men presidenten ber salen reise seg en kort stund i ærbødighet for Astrid

Den tidligere vararepresentanten for Oslo, Camilla Strandskog , har tatt sete som representant for den tid Nikolai Astrup er medlem av regjeringen. Det foreligger to permisjonssøknader: fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Jan Bøhler i tiden fra og med 3. april og inntil videre fra Rødts stortingsgruppe om omsorgspermisjon for representanten Bjørnar Moxnes 3. april Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og Følgende vararepresentanter for Oslo innkalles for å møte i permisjonstiden: Zaineb Al-Samarai og Seher Aydar . Zaineb Al-Samarai og Seher Aydar er til stede og vil ta sete. Presidenten vil be om Stortingets fullmakt til å korrigere et vedtak som ble gjort i Stortinget tirsdag 31. mars ved behandlingen av Innst. 216 S for 2019–2020, om endringer i statsbudsjettet 2020 for 2019–2020, om endringer i statsbudsjettet 2020 for flere departementer. Ved en inkurie ble et beløp på 50 mill. kr bevilget både under kap. 553, post 74 og under kap. 2421, post 50. Det riktige skal være kap. 2421, post 50. – Slik fullmakt anses gitt. Innstillingen endres i tråd med dette. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at det blir pause i møtet

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Stortinget tar da en pause, og møtet settes igjen